møter avtagende avkastning etter som produksjonen øker. Det betyr at jo mer intensiv produksjon, dess mindre utbytte har jordbruket som næring for hver ny enhet innsatsfaktor i produksjonen. Spesielt viktig for oss i Norge er dette for bruk av kraftfôr i grasbasert husdyrhold. Når Bill Gates lager en enhet av Windows Vista, koster det ham kanskje 500 millioner dollar, mens ytterligere enheter som distribueres på nettet, kanskje bare koster 1 til 2 cent å produsere. Dette er stordriftsfordeler som karakteriserer industri og avansert tjenesteyting, og som er det motsatte av den situasjonen jordbrukerne er i. Dette grunnleggende faktum er det viktig å drøfte for å finne det nye sett av virkemidler for å utvikle norsk jordbruk i tråd med internasjonale krav og nasjonale samfunnsoppgaver. Rettferdig betaling for samfunnsnyttig arbeid må være et kjennemerke for rød-grønn politikk. I et historisk og internasjonalt perspektiv er den største styrken ved den norske jordbruksmodellen den sjøleiende gårdbruker som arbeider på egen gård, enten på heltid eller deltid. Vi har ikke tradisjon for å drive jordbruk som næring i selskaper med begrenset økonomisk ansvar, eksempelvis aksjeselskaper. Et selskapsjordbruk krever vanlig avkastning av innsatt kapital samt inntekt som er på linje med tariffestet lønn i sammenlignbare yrker. Om inntekten i næringa ikke rekker til for å sikre dette, må f.eks. selskapsgårdbrukeren arbeide mer eller mindre dugnad for selskapet. De fleste vil forstå etter hvert at dette ikke er bærekraftig, ei heller en varig driftsform. Derfor må det bli slutt på enhver jordbrukspolitisk favorisering av selskapsjordbruket. Om dette selskapsjordbruket må konkurrere på samme vilkår som den norske jordbruksmodellen med familiegårdsbruk heltid eller deltid, vil utviklinga raskt vise at familieeierskapet er samfunnsmessig suverent og foretaksøkonomisk best for dem som arbeider med husdyr og
Debatten viser – ikke overraskende – kjente skillelinjer i landbrukspolitikken. Kristelig Folkeparti har vært og er opptatt av å gi bønder mulighet til rimelig inntektsutvikling, fordi det er avgjørende ikke minst for å sikre rekrutteringen til yrket. Sannhetens øyeblikk for jordbrukspolitikken er på mange måter når neste generasjon står ved valget og skal vurdere – satser man på å ta over det som foreldrene har bygd opp, eller velger man en annen vei? Det valget er på en måte testen på kvaliteten på den landbrukspolitikken vi har. Veldig ofte er det knyttet investeringsbehov til et sånt valg, til en sånn overtakelse. Det kan være nedslitte driftsbygninger, det kan være forventninger om framtidige krav som foregående generasjon ikke har våget å ta hensyn til. Dermed står man foran et løft i form av nye investeringer, nye driftsbygninger osv., for at neste generasjon skal satse. Dermed er det også både forventninger om en rimelig inntektsutvikling og vilkårene for å investere som er avgjørende for at vi sikrer rekrutteringen til yrket. Kristelig Folkeparti har derfor slått fast i våre merknader i innstillingen at vi vil understreke at jordbruket må gis rammevilkår som setter næringen i stand til å fornye driftsapparatet. Viktige virkemidler i den sammenheng vil være å sikre et jordbruksoppgjør som gir en rimelig inntektsutvikling. Det vil også være å se på avskrivningssatsene på nytt, det vil selvsagt være investeringsrammene under Innovasjon Norge, men det vil også være i større grad å ta hensyn til at en del av disse ungdommene som vurderer om de skal satse videre, ser samdrift som den eneste muligheten for at de skal våge å gjøre det. Det er av hensyn til at de nye generasjonene stiller andre krav til arbeidsmiljø, stiller andre krav til fritid og føler et behov for å spre risiko for å gjøre de nødvendige store investeringene i et framtidsrettet bruk. Kristelig Folkeparti fremmer derfor – i tråd med vårt syn – vår politikk om en rimelig inntektsutvikling, men mener også at det er viktig å ha større fokus på investeringsrammene for å sikre at nye generasjoner driver det norske jordbruket videre.

og at det må gis anledning til å leie kvoter opp til kvotetaket. Faktum er at dagens jordbruksavtale diskriminerer samdrift av større bruk ved at støtte per produsert liter melk reduseres kraftig ved høy produksjon. Høyre mener at det må lages et flatere system for støttesatser per produsert melkeliter. Det bør ikke være slik at de som produserer lite, premieres, mens melkebønder som ønsker å satse på større bruk, straffes. Vi vet også at mange av samdriftene sliter økonomisk på grunn av store investeringer i datautstyr, ny teknologi og driftsbygninger, i tillegg til redusert støtte, sett i forhold til den de hadde som enkeltmannsforetak. Høyre mener derfor at også en forbedring i avskrivningsreglene vil være viktig. Jeg har lagt merke til at det her i dag i hovedsak er Høyre og Kristelig Folkeparti som snakker samdriftsbøndenes sak. Jeg har hørt svært lite fra Høyre forventer at samdriftenes situasjon og de muligheter som samdriften gir for et mer fremtidsrettet jordbruk, vil være en viktig del av den nye landbruksmeldingen. Vi mener at ordningen for samdrifter må gjøres mer lønnsom og mindre byråkratisk enn i dag. Jeg håper at statsråden tar med seg denne oppfordringen fra

Det kan virke som om regjeringens medlemmer ikke tar inn over seg at antall gårdsbruk og antall bønder reduseres dag for dag. Hva er de andres løsninger for å få lys i vinduene på alle de gårdsbruk som i dag står tomme? – jeg bare spør. Hva gjør regjeringspartiene for dem som har odel på en gård og ønsker å overta? Det må da være andre løsninger enn det representanten Lundteigen sa til Bonde og Småbruker nr. 2 for 2010. Her manes det til opprør. Hvilke opprør det skal bli, vet jeg ikke. Men jeg tolker det dit hen at man ikke er fornøyd med sin egen regjerings landbrukspolitikk, og dermed maner man til dette opprøret. Det er veldig interessant, synes jeg. Ellers vil jeg opplyse enkelte om at gjestearbeidere har vi hatt innenfor norsk landbruk i mange år. Stort sett er vel all jordbær blitt plukket av gjestearbeidere fra Polen. Det samme kan sies når det gjelder mye av frukt- og

utmarksnæring og mange andre ting. Men da må altså flertallet på Stortinget være med på dette. Da må man se på en ny rovdyrpolitikk, en ny motorferdselslov, da må man være smidigere når det gjelder lover og regler, og man må som jeg dessverre ser at de fleste i denne salen ikke har. Jeg kan f.eks. ikke skjønne at det ikke er flertall for forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet og Høyre, som lyder som følger: «Stortinget ber regjeringen om å intensivere arbeidet med utvikling av nisje- og spesialprodukter i landbruket.» Dette må jo være nettopp en av de tingene som kan være med på å redde norsk landbruk. Jeg tror påtroppende landbruksminister i 2005, Riis-Johansen, sa at ethvert nedlagt bruk i landbruket er

er jeg veldig enig med representanten Flåtten i at her burde man kunne snakke mer om resultater av egen politikk, og så får opposisjonen snakke om hvilket landbruk man faktisk ser for seg. Hva er sporene av den landbrukspolitikken som man nå har sett, som de rød-grønne har vært ansvarlig for i fem år? Det er altså en næring som fortsetter en Bruk står tomme. Vi fikk akkurat en ny SSB-statistikk som viser at 20 pst. av brukene med hus som er beboelige, står tomme. Vi har en næring som er sterkt byråkratisert. Vi har en næring med ganske manglende investeringsvilje, og det reflekterer igjen en ganske liten framtidstro – altså en næring som ikke akkurat lyser av optimisme. Da synes jeg man skal være forsiktig med å snakke om skrekkbilder når det gjelder andres politikk. Jeg satt og gjorde meg noen refleksjoner da representanten Lundteigen var på talerstolen. Å slåss mot tyngdekraften er ganske tungt. Første forutsetning hvis man skal slåss mot den, er i alle fall å akseptere at den er der. Jeg fikk nesten inntrykk av at gårdsbrukene skulle være minst mulig, og man skulle ikke snakke om avkastning på kapital. Men poenget er jo at bonden selv er ganske flink til å ta ut både produktivitetsgevinst og avkastning på kapital – selvfølgelig er han det, han er en rasjonell utøver. Det viser all mulig erfaring at han er ganske flink til. Problemet er at vi leder bondens kreativitet i en helt gal retning. Den går inn i en blindgate som ingen ser noen vei ut av, annet enn betydelige økninger i statlige tilskudd, og det får man ikke, selv med en rød-grønn regjering. Vi har fått en landbruksnæring der dødsbo snart er største eiergruppering, og der den aktive bonde snart har en høyere gjennomsnittsalder enn gjennomsnittlig pensjonsalder i Norge. Norge. Det viktigste suksesskriteriet er hvor lang tid man bruker på landbrukskontoret sammen med en byråkrat. Det sier alt om at man trenger en helt ny næring. Bonden er flink, men man må faktisk tørre å slippe ham fri, slik at kreativiteten kommer bonden selv til gode og bidrar til å utvikle en næring.

Skal vi ha gartnere som slår gress på Vestlandet og i Valdres, eller skal vi ha produksjon med beitedyr? Det lønner seg ikke å drive med beitedyr i Valdres dersom det ikke kompenseres for ulempen ved å produsere der arealet er mer utilgjengelig. Det er lenger unna markedene fra Vang i Valdres kontra Gran på Hadeland, og for at de skal produsere i Valdres, får de mer betalt for melken, f.eks. Ikke nok med det, men vi har bedre produksjonsforhold på Hadeland og Toten enn i Vang. Vi kan høste gress flere ganger, og vi kan dyrke korn, poteter og grønnsaker, men også produsere

Når Fremskrittspartiet ønsker å si opp jordbruksforhandlingene og slippe markedet fritt, betyr det at det vil være de store produsentene på Østlandet, Jæren og muligens i Trøndelag som vil kunne ha en produksjon som bærer seg – vel å merke på langt større arealer enn dagens bruk, sjøl om det her også vil være begrensninger i forhold til geografi. Jordbruksavtalen er en avtale som bygger på plikter og ansvar fra begge parter. Bøndene forplikter seg til å holde avtalte priser i markedet som beskytter norske forbrukere i tider der verdensmarkedsprisen er og som svarer til vårt norske lønnsnivå når verdensmarkedsprisen er lav. Jordbruksavtalen gir en inntektsmulighet og er ikke et lønnsoppgjør. Avtalen må inneholde budsjettmidler i forhold til hva en ønsker seg av politiske prioriteringer når en ser at en ønsker å bygge opp under spesielle produksjoner, som f.eks. at det fortsatt skal være beitedyr i kulturlandskapet i Valdres. Men det er også viktig at det inneholder priser som gjør at det lønner seg å være en dyktig bonde som får mest mulig ut av jord og dyr. Det skal ikke være lett å være en dårlig bonde. Industri kan flytte produksjonssted, og gjør det til tider også. Det kan ikke landbruket. Jorden ligger der den ligger. Å sørge for størst mulig sjølforsyning til egen befolkning må være et mål. Jo dårligere mulighetene blir for å drive på mindre åkerlapper i hardt klima, desto flere større bruk blir det som ikke tar bryet med å høste fra småbruk i f.eks. Valdres eller på Vestlandet.

landbruksmeldinga: «Valdres Natur- og Kulturpark er ein bygdeutviklingsregion som gjennom langsiktig merkevarebygging knytt til natur- og kulturverdiar – og lokal styring – skal gje auka verdiskaping og livskraft i lokalsamfunna. Gjennom dette vil Valdres ta vare på og utvikle viktige verdiar av lokal, nasjonal og internasjonal karakter, for

ansvar for egen utvikling, ikke minst ved både å tenke og handle helhetlig. Det de da gjør, både indirekte og direkte, er at de, med rette, kritiserer offentlig forvaltning og offentlig politikk for ofte å være litt for sektorisert og temamessig oppdelt. De prøver å invitere både egne samfunn og det offentlige til nettopp å ta del

med to slike heroiske motstrømsprosjekt er at vi trenger en landbrukspolitikk som er enda mer motstrøms enn det den er i dag. Både Nasjonalparkriket og Natur- og Kulturparken vil mislykkes hvis ikke landbruket er på plass, inkludert lokal foredling, minst på det nivået som vi har i dag. Vi trenger landbrukslandskapet i disse områdene, vi trenger landbrukskulturen, vi trenger arbeidsplasser, og ikke minst trenger vi den lokale matproduksjonen. matproduksjonen. Da må importvernet bygges opp, og ikke ned. Da må selvbergingsgraden opp, og ikke ned. Da må vi – for på nytt å sitere et innspill fra den samme Natur- og Kulturparken – få på plass en landbrukspolitikk som «fokuserar landbruket sin multifunksjon, og samtidig stimulerar mangesysleriet og bygger opp under samarbeid med andre bygdenæringar», osv. Dette er ikke

Viss marknaden skal styra åleine og fraktutjamninga er borte, vil då bonden som held til lengst borte frå meieriet, få same pris som den bonden som held til vegg i vegg med meieriet? Nei, neppe. Som representanten Oppebøen Hansen så godt sa det, at same kvar bruket ligg, er prisen lik ved lik kvalitet. Dette er solidaritet i praksis. Det var vel neppe det representanten Trældal meinte då han viste til at bonden var fanga i eit sosialistisk nett. Eg vil òg minna representanten Trældal på kva han sa i det første innlegget sitt, at meir strukturering vil gi billigare råvarer. Ja, kven får mindre for vara når ho vert billigare? Jo, det er vel nettopp

og, som eg sa i det første innlegget mitt, eg ser fram til fruktbare, heilskaplege diskusjonar saman med organisasjonane og næringa for å meisla ut ei ny stortingsmelding for framtidas jordbrukspolitikk. Rigmor Andersen Eide har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad på inntil 1 minutt.

og derfor velger vi å stemme imot forslag nr. 23 fra Venstre. Av Venstres fire forslag stemmer Kristelig Folkeparti for forslag nr. 25. Resten går vi imot. Forslag nr. 25 er et miljøforslag og er i tråd med forslag nr. 20, fra Kristelig Folkeparti. Det som fikk meg til å ta ordet, var representanten

og myndighetene. Det er slett ikke noe særnorsk ved å sikre egen matproduksjon. Hovedregelen er at alle land har reguleringer og beskyttelse av egen matproduksjon. New Zealand er faktisk et veldig stort unntak. Det kommer veldig tydelig fram i WTO-forhandlingene, der nesten alle land står på kravene for egen matproduksjon, bl.a. Sveits, USA, Japan, EU og Canada. Så til representanten Bredvold. Jeg skal avslutte innlegget mitt med det jeg ikke fikk med i hovedinnlegget. For Arbeiderpartiet vil landbruket fortsatt spille en viktig rolle for bosetting og sysselsetting i store deler av landet. Målet er å opprettholde et levende og mangfoldig landbruk og et bærekraftig skogbruk over hele landet

administrativt. Avtalerettslig står vi altså fullstendig fritt til å innføre prosenttoll på meieriprodukter, slik det ble gjort i jordbruksoppgjøret i vår. Så vil jeg bare understreke at det skremmebildet at det blir reaksjoner mot fiskerinæringen, er et tenkt skremmebilde. Det tenkt skremmebilde. Det har vært null reaksjoner så langt meg bekjent på området, og jeg har lyst til å understreke at det bare skaper unødvendige motsetninger mellom to viktige distriktsnæringer, unødvendige motsetninger som ingen er tjent med å dyrke videre. Så vil jeg svare litt på Flåttens og Gundersens innlegg. De sier at vi ikke tar ansvar for vår Selvsagt gjør vi det, og det må jammen også Høyre gjøre. Når vi vet hva regjeringen fra 2001 til 2005 sto for når det gjaldt jordbruksoppgjørene, med tilbud i 2002 på 340 mill. kr, i 2003 på minus 75 mill. kr, i 2004 på minus 495 mill. kr og i 2005 på 100 mill. kr – det ble selvsagt litt bedre gjennom avtaleforhandlingene – har Høyre og den forrige regjeringen vært de fremste til å undergrave inntektsutviklingen og til å undergrave inntektsutviklingen og muligheten for konkurransedyktige rammevilkår for norsk landbruk. Det vi gjør i dag, er å drive motstrømspolitikk, prøve å snu den utviklingen som ble startet under den forrige regjeringen. Det å ta ansvar innebærer at en også må se på seg selv. Jeg skal være den første til å understreke at vært dårlig, men tross alt: Avgangen i norsk landbruk har blitt betydelig redusert de siste årene, sammenlignet med det som har vært tilfellet tidligere. Vi snakker om noen tusen bruk. Fortsatt er det sikkert for mange, men det var mange ganger flere under forrige regjering. Man kan ikke angripe denne regjeringen når man samtidig sitter i glasshus. Jeg måtte bare gi uttrykk for litt forbauselse over innlegget fra representanten

Hva slags virkelighet lever representanten Bredvold i? Det er mindre arbeidskrevende å være bonde i dag, sa han. Det høres nesten ut som om representanten Bredvold ikke tror det finnes heltidsbønder her i landet! Jeg skulle gjerne likt å invitere ham til f.eks. Hadeland for å besøke heltidsbønder med svært arbeidsintensiv drift. De fleste har drift som veksler mellom ulike produksjoner. Alle bønder leter etter inntektsmuligheter garden gir muligheter for.

Generasjonstrykket er ikke så høyt som i tidligere tider. Det betyr ikke at det å si opp jordbruksavtalen vil gjøre det bedre og lettere å drive rasjonelt på små åkerlapper. Uten importvern vil det bli enda vanskeligere å drive, særlig sett ut fra produksjon i et hardt klima og ut fra et kostnadsnivå på innsatsfaktorer som er milevis fra det eventuelle konkurrenter i andre land har.

et helt annet land med hensyn til næringsstruktur i distriktene, siden mange av de næringene som i dag har landbruket som kunder, er avhengig av landbruket. Og vi vil få et helt annet land å tilby de turistene vi ønsker skal komme hit – bortsett fra å tilby dem utmarksturisme, kanskje. Det vil det nok bli muligheter for. Torgeir Trældal har hatt ordet to ganger og får ordet til

Med all respekt: Vedtaket som skal fattes i dag, må kanskje fattes først. Etterpå blir det kanskje reaksjoner. Representanten Lillian Hansen er veldig bekymret for at New Zealand er spesielt. Det jeg finner litt rart, er følgende: Når det gjelder fiskeri, uttaler hun at det er markedet som styrer. Hva mener Lillian Hansen er forskjellen på markedet for jordbruk

Det viktigste langsiktige og positive ved årets jordbruksavtale er at regjeringen i forbindelse med den kommende tollproposisjonen fra Finansdepartementet vil bedre tollvernet for mjølk, ved at vi utnytter vår WTO-lovlige mulighet, nemlig at vi går over fra kronetoll til prosenttoll, noe som gir et langt bedre importvern. Alle som er opptatt av at jordbruket skal få betydelige deler av sin inntekt fra markedsprisene, må støtte dette. Dette er parallellen til det at vi sikrer norske lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakerne. Det er veldig sentralt. Jeg er veldig glad for at det har kommet på plass. Jeg skal komme med en erkjennelse: Selvsagt er det utfordringer knyttet til norsk landbruk. Det er også utviklingstrekk som en kanskje ser med større bekymring på enn utviklingstrekk på andre områder. Et av dem er nedgangen i antall bruk, kanskje først og fremst knyttet til – skal vi si – nedgang i produktivt areal. Det er bekymringsfullt, sett opp mot den globale situasjonen, som jeg nevnte innledningsvis i mitt første innlegg. Jeg synes det er helt relevant å sammenligne disse problemstillingene og sammenholde disse bildene. Så blir det sagt at vi skremmer med at det blir tilbakeslag med Høyre og Fremskrittspartiet. Det er jo helt opplagt at en forsøker å beskrive også hva opposisjonen foreslår av tiltak. At det kan virke skremmende selv på Høyre-representanter, får en bare begrunne med at det kanskje er ganske farefulle veier som blir foreslått. Jeg hadde et spørsmål til Høyre som jeg ikke har fått svar på. Det håper jeg representanten Flåtten kan svare på siden han har tegnet seg på nytt. Det er: Hvor mange skritt må Høyre nå ta for å stå side ved side når det gjelder Fremskrittspartiet og Fremskrittspartiets landbrukspolitikk? Det kunne vært greit å få svar på det. Til Fremskrittspartiet og representanten Trældal: Man må jo bli mer og mer forundret etter hvert som debatten skrider fram. Han har jo, skal vi si, basert sin landbrukspolitiske tenkning rundt kjærligheten til New Zealand – det er jo ganske fantastisk – et land hvor gjennomsnittsbesetningen av kyr er på 337, mens gjennomsnittet i Norge er på 19. Det forteller noe om forskjellene, og det forteller faktisk også noe om hvordan Fremskrittspartiet ser på distriktslandbruket når de legger slike gjennomsnitt til grunn for tenkningen sin og formingen av politikken. Det henger ikke helt på greip. Det samme er det når man sammenligner fiske og landbruk – to vidt forskjellige områder. Det går liksom

De uavklarte spørsmålene kommer vi tilbake til i landbruksmeldingen – mange spennende diskusjoner. Men det at også posisjonen markerer en tydelig avstand til en politikk som ville avvikle norsk landbruk – spesielt i distriktene, omtrent over natten – ja, det skulle bare mangle at man ikke brukte Stortingets talerstol til å påvise akkurat det. For det er faktisk sånn at med den totale avreguleringen av norsk landbruk som Fremskrittspartiet faktisk foreslår, er det en avviklingspolitikk. Så vil jeg gjerne ha svar på fra Høyre om de vil følge Fremskrittspartiet i den politikken de har. Svein Flåtten har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg skal svare representanten

Han ble spurt om nedgangen i bruk, og han svarer med penger. Han svarer med at det var så og så mange millioner mindre under Bondevik II-regjeringen. Men det er ikke det landbruksministeren har blitt utfordret på her i dag. Han har blitt utfordret på hvilke vil gjøre. Vi har vist tiltakene ganske kraftig, ganske mange ganger, i mange budsjetter, i mange jordbruksoppgjør, nemlig å slippe opp på en del av reguleringene i landbruket på eiendomssiden. Det ønsker ikke landbruksministeren å snakke om. Jeg må bruke 3 minutter på Lundteigen. For jeg er

alle er avhengig av annet arbeid. Det er det jeg mente med at når man skal slåss mot tyngdekraften, gjelder det faktisk å innse at tyngdekraften er der. Det er ingen måte å gjøre det på annet enn å øke tilskuddene betraktelig mer enn det vi gjør over statsbudsjettet, og det finnes det ingen politisk vilje til – ergo er landbruket ledet inn i en blindvei. Det burde snart de rød-grønne innse. Så litt til Brekk: Som Flåtten sier, var det Så litt til Brekk: Som Flåtten sier, var det bare penger i det svaret. Det er noe helt annet vi utfordret Brekk på. Han kommer tilbake til Bondevik II-regjeringen. Ja vel, hva var det som skjedde under Bondevik II-regjeringen? Det var en klar retning: Man begynte å deregulere næringen. Så satset man på samdrifter. Man var ikke ensidig opptatt av familiebruk – som forskningen dokumenterer er en av de mest problematiske arbeidsplasser i norsk arbeidsliv. kan le, men det er ganske godt dokumentert at det er en isolert arbeidsplass, der folk har ganske store utfordringer – det burde Lundteigen kunne ta på annet alvor istedenfor å sitte og le i salen; det må han gjerne få lov til å gjøre, for det tror jeg han taper på. Man ga altså utøveren større frihet. Hva førte det til? Jo, det førte faktisk til større optimisme, det var kraftige tegn til økte det var kraftige tegn til økte investeringer, og det var investeringer som ledet i retning av et mer rasjonelt landbruk, altså samdrifter. Og det er det vi faktisk utfordrer. Vi var ikke ute etter en sånn tippekonkurranse om hvem som har ytt mest penger, for det ser vi ikke løser landbrukets problem. Og så litt til Aasland: Vi har ikke tenkt å følge Fremskrittspartiet eller noen andre. Vi følger Høyres landbrukspolitikk. landbrukspolitikk. Den er ganske klar på at vi vil ha en forsvarlig omstilling av næringen. Vi innser at næringen har blitt ledet inn i en retning der mange bønder sitter fast. Man har investert i tiltro til at reguleringene skal være der, og da er det faktisk et politisk ansvar å få en sånn næring ut av det uføret man har ledet den inn i, på en forsvarlig måte. Og det gjenspeiler vår

Det er ingen evne, vilje eller lyst til å tenke nytt innenfor dette politikkområdet. Selve landbruket burde jo være et skoleeksempel på hvordan man ikke skal behandle en næring fra politisk side. Samtidig opplever vi betydelig dobbeltkommunikasjon fra regjeringspartienes side, spesielt fra Senterpartiets side. Senterpartiet har nå sittet med landbruksministeren i fem år. Man har gitt inntrykk av at man skulle gi rekordstore Like fullt er frustrasjonen like stor der ute i næringen som da statsråd Riis-Johansen overtok for snart fem år siden. Så har man representanten Lundteigen. Hvem han representerer, kan synes noe uklart. Jeg har registrert at representanten Lundteigen tidligere i år var ute og skulle ha et nytt

et slikt opprør og en slik debatt i det norske samfunnet. Så til jordbruksavtalen, om den skal sies opp eller ikke. Jordbruksavtalen er et ekstremt stivt system – det viser hvert eneste år forhandlingene – som gjør at organisasjonene aldri får gjennomslag for sine krav. Heller ikke i år at organisasjonene aldri får gjennomslag for sine krav. Heller ikke i år har de fått gjennomslag for sine krav. Like fullt er man så bundet inn i systemet at man godtar nederlag år etter år. Det er rart at det ikke er flere i næringen som stiller spørsmål ved dyktigheten til de lederne som hvert eneste år godtar nederlag på nederlag i en forhandlingsposisjon

og som jeg virkelig ser fram til at vi nå skal ta i forbindelse med dette arbeidet med stortingsmeldingen. Det blir en landbruksdebatt, men det blir også en bred samfunnsdebatt – hva slags Norge er det vi ønsker å utvikle framover? Når det gjelder Høyre og Fremskrittspartiet, savner jeg en større grad av ærlighet. Det er nemlig en ærlig sak å ville redusere antall bønder – vi trenger da arbeidskraft i andre sektorer, vil mange si. Det er en ærlig sak å ville importere mer mat og redusere vår egen matproduksjon – både folk og land med penger bruker ofte å få kjøpt det de trenger å kjøpe. Det er en ærlig sak å ville avfolke deler av Bygde-Norge. Jeg er overbevist om at både tettsteder og byer i Norge klarer å ta imot større befolkningsvekst om det ikke går altfor fort. Men jeg vil anbefale på det sterkeste, ikke minst nå i forbindelse med meldingsarbeidet og for å heve kvaliteten på denne debatten og gjøre den mindre forutsigbar, at vi nå nettopp spiller med mer åpne og ærlige kort om dette meldingsarbeidet som som sagt skal bringe debatten framover. Representanten Trældal stilte spørsmål om hva som er forskjellen på fiske og jordbruk. jordbruk. Representanten Aasland har understreket det så godt før meg her i dag: Da har man virkelig skjønt lite av hva slags produksjonsforhold norsk landbruk lever under. Det er både et opplysende spørsmål, og det er et avslørende spørsmål. Og enda en gang: Jeg håper virkelig at Fremskrittspartiet klarer å utvikle landbrukspolitikken sin noe, i hvert fall, i løpet av det kommende stortingsmeldingsarbeidet.

og med den topografien vi har i Noreg, er det rett og slett ikkje mogleg å ha berre heiltidsbruk i det norske landbruket. Han nemnde også forsking. Det er forskarar som peiker på at inntekta per dagsverk faktisk kan vere vel så stor i deltidsbruket og familiebruket som det er i heiltidsbruket og i samdriftsbruket, bl.a. på grunn av investeringskostnadene, som har blitt ganske høge for mange bruk. Så viser han til forsking og seier at det er fælt å jobbe på eit familiebruk. Det er nokre av oss som har vakse opp der, og som er bra menneske likevel! Per Roar Bredvold har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg tror man er bra mennesker uansett hvor man har vokst opp, om det er på et småbruk eller et stort bruk eller om det er et annet sted.

Det er mye som mangler. Når f.eks. over halvparten av alle ordførere i Norge skriver under på et opprop mot den politikken som blir ført innenfor landbruket i dag, må det være noe som er feil. Det må være riktig slik jeg sier at landbruket i dag er mindre arbeidsintensivt enn det var for noen år tilbake. Traktorene er blitt større, maskinene er blitt større, fjøsene er blitt større og mer effektive, vi har fått melkeroboter etc. – vi bruker mindre tid per produsert enhet. Så enkelt må det være. Jeg tar i mot innbydelsen fra alle som vil ha meg på besøk, og jeg ser at også Arbeiderpartiets nestleder ikke vil prioritere bønder, som det stod i

Det mener jeg er hovedårsaken til at norsk landbruk peker framover, for vi blir stadig flere mennesker ikke bare i Norge, men i hele verden. Vi har et globalt ansvar for å sikre nok mat ikke bare til egen befolkning, men bidra der vi har mulighet. Det er dermed mer enn nærings- og distriktsinteresser. Det dreier seg om et internasjonalt ansvar, ja, en plikt vi har som nasjon til å utnytte det som er vårt ressursgrunnlag, det som er våre muligheter til å det som er våre muligheter til å bidra i dette. Til Gundersen: Rask produksjonsvekst uten eiendomsstruktur og reformer – vel, det skjer jo. Det har jo kommet endringer som har gjort eiendomsvekslingene i landbruket mer smidig både når det gjelder størrelse og pris. Det er ikke sikkert at det kommer til å se likedan ut bestandig, men det er jo sånn at man endrer lovverket i takt med tiden og tilhøvet. Så det er ingen grunn til å framstille dette som statisk. Så må vi bare legge oss på minne at Høyre skryter voldsomt av at man la til rette for samdrift og en slags kollektiv drift innenfor landbruket. Jeg tror bare vi alle sammen må ta inn over oss at vi er nødt til å lage ha gode rammevilkår både for dem som er store, og for dem som er små, hvis vi skal klare å sikre at folk satser, at folk investerer, og at folk utnytter det produksjonspotensialet som er, at man rett og slett har den troen på dette, som vi er avhengig av i framtiden. Så til Kielland Asmyhr og At det ikke tenkes nytt i landbruket, er jeg helt uenig i. Landbruket er i dynamisk utvikling. Det er en rivende utvikling som skjer hvert eneste år. Landbruksavtalen har vært en suksess, ikke minst for forbrukssiden i det norske samfunnet. Det er ingen andre samfunn som har en så stabil lav prisutvikling på mat. Det burde ikke minst Fremskrittspartiet merke seg – det er jo i landbruket og i u-hjelpen man kutter.

Og hva mener jeg med å si det? Jo, når vi hører representantene fra høyrepartiene, og spesielt fra Fremskrittspartiet, skal Stortinget være veldig oppmerksom på at dette bare er et ledd i høyresidens konsekvente kamp mot det kollektive samfunnet. Det er den historiske dimensjonen i det som foregår her nå. Det det er grunn til å merke seg i det perspektiv,

snakker pent – snakker om distriktspolitikk og det å ta hele landet i bruk som en stor verdi for det norske samfunnet, og som gjør Norge til det det er. Dette er egentlig et fundamentalt angrep på helt grunnleggende byggesteiner i det norske samfunnet. Det er derfor jeg fikk lyst til å ta ordet og si dette, for jeg synes det bør sies. Så til slutt bare til dette med at Høyre når de blir utfordret med hensyn til hvordan de stiller seg til sier: Ja, vi må jo tilnærme oss hverandre. Det synes jeg er en veldig skremmende setning. Betyr det at det norske Høyre faktisk fundamentalt skal forlate dette punktet og gå i Fremskrittspartiets retning, for tyngdepunktet må jo ligge mellom Høyre og Fremskrittspartiet hvis det er snakk om å møtes på et sted? Det vil være en stor utfordring for norsk landbruk og distriktene i årene som kommer hvis det skulle skje. Neste taler er Lars Peder Brekk. Han er foreløpig siste inntegnede taler. Så får vi se. Ja, ja, vi får se, president. Jeg må få lov til å svare på et par av innspillene, fra Flåtten og Gundersen. Representanten Flåtten sa at landbruksministeren svarer på spørsmål om antall bruk, men at han svarer med penger. Svaret er på sett og vis: Det var mindre penger og større avgang i antall bruk da Høyre var i regjering enn det er nå. Og hvis jeg ikke tar helt feil, sa jeg også i mitt forrige innlegg at avgangen i antall bruk var betydelig større på slutten av Høyres periode enn den har vært de siste årene. Og til tross for at det var oppgangstid i Norge i begynnelsen av forrige regjeringsperiode, har vi til tross for at det var oppgangstid i Norge i begynnelsen av forrige regjeringsperiode, har vi greid å redusere avgangen. Det kommer selvsagt av at vi har drevet motstrømspolitikk, at vi har brukt mer penger enn det opposisjonen noen gang har vært villig til å bruke – for å sammenligne. For å gå litt videre her: Når representanten Kielland Asmyhr sier at det representanten Kielland Asmyhr sier at det har blitt gitt inntrykk av rekordstore inntektsoppgjør, vil jeg bare understreke at tallene taler for seg. I løpet av de siste fem årene har den kronevise utviklingen i jordbruket i gjennomsnitt vært like stor eller litt større enn for sammenlignbare grupper. En må tilbake til 1970-tallet for å se den samme utviklingstrenden i jordbruket. Så det har faktisk skjedd mye, selv om mange av oss ønsker å gå enda lenger og vi ser behovet for å komme mye lenger når det gjelder utjevning av inntektene mellom dem som jobber i jordbruket, og dem som jobber utenfor jordbruket. Den kronevise utviklingen har vært god, men den burde vært bedre. Vi jobber hele tiden for å få til det. Så til Gunnar Gundersen, som utfordrer på samdrifter og deregulering. Han har en litt spesiell karakteristikk av forskningen viser – og de økonomiske sammenhengene viser – at familiebruket, som også representanten Lundteigen har understreket, er det mest robuste vi har hatt, og vi er særdeles avhengig av det også i framtiden. Samtidig er det slik at mange velger å finne løsninger i samarbeid med andre aktører. Det synes jeg er bra. Og for å si det enkelt og greit er den politikken vi har ført med hensyn til samdrifter, i grove trekk en videreføring av den politikken som Høyre gjennomførte – bortsett fra på ett område: Vi har sørget for at like store bruk har samme rammevilkår. For det sto ikke Høyre bak, det sto ikke den forrige regjering bak. De forfordelte faktisk De forfordelte faktisk de store brukene, mens en nå, gjennom de endringene som er skjedd de siste årene, har greid å få like vilkår for disse brukene. Det er riktig, og det er

regjeringsskiftet da de borgerlige gikk av. Jeg synes at statsråden nå bør begynne å forholde seg til sin egen periode, denne og den foregående perioden, der Senterpartiet har hatt en finger med i spillet, i vesentlig grad. Det som jeg stiller meg litt undrende til i debatten i dag, er at det kun er én representant som har fokusert på det som handler om forbrukeren, som skal betale regningen for den avtalen som er inngått. Man omtaler også markedet som noe forferdelig. Jeg må nok si at i hvert fall de jeg kjenner rundt omkring, er flotte, oppegående folk. Markedet er faktisk innbyggerne i dette landet, det er de som skal absorbere og kjøpe disse produktene som man nå har fått avtale for. Flere var inne på problemstillingen knyttet til at vi også i Norge har et ansvar for en matvarekrise.

Hvorfor gikk Bonde- og Småbrukarlaget ut av det? Norge stoppet ikke opp av den grunn. Men det er klart at det toppet seg da man gikk tilbake til 1930-tallet og vi ble fortalt hva som ville kunne skje hvis vi faktisk slapp bonden fri.

flertallet – og Senterpartiet spesielt – ikke vet hvor man vil i landbrukspolitikken. Det har vært tydelig i veldig mange år. Derfor tør man heller ikke gjøre noen særlige grep i den ene eller den andre retningen. Det er mange her som er spent på den kommende landbruksmeldingen. Det var jo noe Fremskrittspartiet initierte i forrige stortingsperiode, da vi sa at nå må vi få en stortingsmelding. stortingsmelding. Så tok regjeringspartiene til fornuft og satte i gang det arbeidet. Men er det noen i denne salen som tror at det kommer noen store endringer, eller kursendringer, i norsk landbrukspolitikk gjennom den meldingen? Selvfølgelig ikke! Både i organisasjonene og i de styrende partiene er det en så ekstrem konservatisme når det gjelder dette politikkområdet, det ikke kommer til å skje noen ting. Så sier statsråden at tallene taler for seg, at det kronemessig har vært som for andre grupper, og at man fortsatt har en vei å gå. Det kunne da tyde på at man ikke har oppfylt det man har sagt. Mitt spørsmål til statsråden er: Hvorfor er organisasjonene da uenige i dette? Organisasjonene sier noe helt annet, at de ikke får kronemessig likestilling i forhold til andre grupper, og det er jo kjent at Småbrukarlaget – og det skal de ha skryt for – brøt forhandlingene fordi regjeringen ikke har levert det de har lovt. Så var representanten Martin Kolberg her oppe og holdt noe som jeg vil kalle en om det kollektive samfunn og høyresidens trussel mot og jakt på det kollektive samfunnet. Hvorfor har også Arbeiderpartiet vært med de siste 20–25 årene og liberalisert store deler av samfunnet? Hvorfor har man vært med og liberalisert regelverket for de fleste andre næringer, men ikke jordbruket? Hvorfor har man vært med og bidratt til nedsalg bl.a. av statlig eiendom og statlige eierandeler i næringslivet? Jeg tror at den typen 1. mai-tale blir holdt i en slik debatt fordi man ønsker å forklare seg bort fra hvorfor situasjonen i jordbruket er blitt slik som den har blitt.

Fremskrittspartiet tegner jo igjen, eller i hvert fall forsøker å tegne, et bilde av en næring som er svært statisk, som er gjennomregulert, der det skjer lite, og der det er store problemer og utfordringer. Jeg er enig i at det er utfordringer. Jeg er enig i at vi kunne ha kommet lenger og burde ha kommet lenger på inntektssiden, at vi burde ha kommet lenger på virkemiddelbruk som kunne gjort at flere hadde investert. Men hovedbildet er jo en næring som er svært dynamisk, som er frampå på de fleste områdene, og det leser man godt ut av statistikken. Aldri har så få produsert så mye, og det er jo en imponerende produktivitetsvekst som vi har sett innenfor norsk landbruk de siste 20 årene. Så har jeg lyst til å komme tilbake til dette med frihandel. Man forsøker seg også på en fortelling som sier at det dette med frihandel. Man forsøker seg også på en fortelling som sier at det er en voldsom rivning mellom norske interesser på frihandelssiden. Vi kan ikke gå både for tilgang til markedene for fisk og mot frihandel for landbruk. Vel, jeg mener at det er en logisk kortslutning. Alle land i hele verden opptrer ut fra egeninteresser. Amerikanerne og Europa kjemper for frihandel på de områdene der de tjener på det, og så kjemper de mot frihandel der de taper på det. Så er det summen av egeninteresser og fellesinteresser som til slutt utgjør fasit for hva det er mulig å få til i en eventuelt ny WTO-avtale. Jeg tror det er grunnleggende at også Fremskrittspartiet ser dynamikken i dette, og at også Høyre forstår og erkjenner dynamikken i dette. Det skulle jo om ikke denne salen og vår egen regjering forsvarte det som er norske nasjonale interesser i internasjonale frihandelsspørsmål. Det har aldri vært ideologi som har drevet det framover. Så var det Nesvik som var inne på dette med forbrukersiden – ja, jeg var inne på forbrukersiden. Vi er det landet i Europa der forbrukerne bruker nest minst av arbeidstiden sin på å betale Vi er det landet i Europa som har en prissikring mot uforutsette prishopp på mat, som resten av verden ble utsatt for for et par år siden, og som vi unngikk fullstendig. Ikke minst fra forbrukssiden og forbrukersiden vil jeg hevde at det norske avtalesystemet har vært en stor suksess. Så Nesvik sa også at det var å gå altfor langt tilbake i tid. Vel, hva var det som forårsaket kriseforliket i 1935? Jo, det var gjeldskrisen innenfor landbruket. Det var stor sosial krise. Hva ser vi i Europa i dag samtidig som man avskaffer alle reguleringer? Jo, man ser stor gjeldskrise innenfor landbruket, man ser en stor sosial krise innenfor landbruket. Det er sånn at regulering av matvareproduksjon ikke er noe nytt. Det har alle land hatt til alle tider, og historien viser at det er svært fornuftig. Det er

lykkes Fremskrittspartiets representanter i denne salen å forsøke å stigmatisere mitt politiske virke. Det skal ikke lykkes, for jeg vet veldig godt at jeg har veldig rett når det gjelder det de egentlig står for i dette spørsmålet. Det er jo ikke sånn som det forsøkes sagt, at Det norske Arbeiderparti, eller for så vidt den rød-grønne regjeringen, på sett og vis ikke tar i bruk markedet – heller ikke i forbindelse med landbruket absolutt! Man legger til rette for markedet i mye sterkere grad og på en mye bedre måte enn hvis staten ikke hadde spilt en rolle slik som Fremskrittspartiet vil. Det er jo ganske rart at vi ikke hører Fremskrittspartiets innlegg holdt i næringsforsamlinger på landbrukssiden. Vi hører aldri noen si der

og som har vært med på å bygge dette kollektive system, og som selvfølgelig er en del av det politiske grunnlaget for den regjeringskoalisjonen som vi nå har. Der går et hovedskille i norsk politikk, og det hører med til denne debatten å ta det fram når Fremskrittspartiet nå framstår som de gjør i denne saken, og har de forslagene som de

skal ha all mulig fokus på å beskytte det norske landbruket mot import utenfra, vil det selvfølgelig påvirke hvordan andre land vil se på Norges posisjon knyttet til fisk. Det er en sammenheng, og det må vi faktisk ta inn over oss. Man prøver å skape et inntrykk av at norske

og også i tidligere avtaler, norske forbrukeres penger ved å holde melkeprisen oppe, for å subsidiere til og med eksport til utlandet – gjennom osteproduksjon. Representanten Kolberg var også inne på at man ikke skal stigmatisere representanten Kolbergs syn. Nei, det skal vi heller ikke gjøre. Men hvis det er noen som har prøvd å stigmatisere et politisk parti til og med omtalt partiet som om det har en egen kode som skal knekkes – er det vel faktisk representanten Kolberg. Det skal bli spennende å se hva som kommer ut av den nye meldingen. Ja, det blir veldig spennende, for det verste som kan skje i landbruket, er at vi går videre i den samme galeien som vi har gjort fram til i dag, for da kommer vi ingen vei. vei. Da tror jeg at før eller siden er det nettopp landbruket som blir den store taperen, og det er det ingen som er tjent med. Representanten Gunnar Gundersen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Det var egentlig Martin Kolbergs første innlegg som gjorde at jeg ville ta ordet, men når det gjelder hans andre innlegg, vil jeg kanskje anbefale at man leser litt om både marked og landbruk før man går hardt inn i debatten.

blir politisert og stigmatisert litt når man snakker om kollektivismen. Jeg tror de fleste i norsk landbruk er veldig stolte over å være selvstendig næringsdrivende. Kollektivbrukene kjente vi fra sovjettiden, og da burde man i hvert fall ikke være mot samdrift, hvis man snakker om kollektivismen. Representanten

det er altså slik at nytt ikke trenger å være det samme som Fremskrittspartiets politikk – heldigvis. Det finnes også andre ting som kan være nyheter i jordbrukspolitikken. Vi har sett en serie med jordbruksoppgjør, med resultater som ingen annen regjering, i dagens politiske situasjon, hadde kunnet legge fram – et skifte i jordbrukspolitikken i forhold til tidligere. Vi har fått lagt fram en klimamelding, og Norge er, så vidt jeg forstår, det første landet
som sitter
i klimadebatten, i et perspektiv der landbruket ikke bare er gjort til et problem, men en viktig del av løsningen i klimadebatten. Vi har fått et internasjonalt fokus, der Norge spiller en viktig rolle i internasjonale forhandlinger for å ivareta ikke bare Norges, men også andre små lands interesser når det gjelder landbruk. Vi har startet arbeidet med en stortingsmelding som skal se nytt på den norske landbrukspolitikken. Jeg er stolt

anklager representanten Kielland Asmyhr Senterpartiet for «dobbeltkommunikasjon», fordi vi har store ambisjoner på vegne av det norske landbruket. Når det kommer til «dobbeltkommunikasjon», kommer jo representanten Kielland Asmyhr fra et parti som vet hva man snakker om. Jeg kjenner situasjonen fra mitt eget hjemfylke, Nord-Trøndelag, der Fremskrittspartiet i valgkamp etter valgkamp har gjort hva de har kunnet for å få stemmer på bygdene, få stemmer fra landbruket, samtidig som de har gjort hva de har kunnet for å å få fokus på sin egen politikk, som går på å halvere overføringene til landbruket over natta i budsjett etter budsjett, og som de har prøvd å snakke seg unna når det har blitt påpekt i debatter. Asmyhr må gjerne anklage oss og prøve å gjøre det til et problem at vi har høye ambisjoner på vegne av landbruket. Han må gjerne snakke om «dobbeltkommunikasjon». Han skal få tydelig beskjed mot slutten av debatten i dag. Det er ikke tale om at vi kommer til å redusere våre ambisjoner for landbruket i framtiden! Representanten Terje Aasland har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad,

Det betyr at den setningen i utgangspunktet er en tilnærming til det Fremskrittspartiet står for, som er total avregulering. Til slutt vil jeg bare benytte den korte merknaden til å si at markedet er en utmerket tjener, men en elendig herre. Dessverre har Fremskrittspartiet et mål om at markedet fortsatt skal være en herre. Markedet må reguleres for å fungere. Finanskrisen er et godt eksempel på det